I samsvar med Grunnlova gjev Kongen denne meldinga til Stortinget om Noregs tilstand og styring i tida etter Koronapandemien har prega det norske samfunnet det siste halvtanna året. No er dei fleste innbyggjarane i Noreg over 12 år vaksinerte. Dei fleste opplever no ein normal kvardag, men samfunnsberedskapen er auka. Smitteverntiltaka som vart sette i verk i mars i fjor, førte til den største auken i arbeidsløysa i etterkrigstida. Særleg var det mange permitterte. Mange av dei som vart permitterte under pandemien, har kome tilbake i jobb. Den registrerte arbeidsløysa nærmar seg nivåa frå før pandemien. Samanlikna med dei fleste andre land har det økonomiske tilbakeslaget i Noreg vore moderat. Gjennomgåande har smittetala òg lege lågare enn i dei fleste andre land. Saman med eit helsevesen som heile vegen har kunna gje god behandling, har det ført til relativt få dødsfall som har vore relaterte til covid-19. Sjølv om sjukehusa har vore nøydde til å prioritere beredskap, har det meste av den ordinære aktiviteten blitt halden i gang. Koronapandemien har også det siste året vore krevjande for barn, elevar og tilsette i barnehagar og skular. Det har vore eit mål å halde dei ordinære tenestene for barn og unge opne i så stor grad som mogleg under pandemien. Trass i smitte har skular og barnehage vore opne, og vi har ikkje hatt noka nasjonal nedstenging som i fjor. Koronapandemien gjorde det òg nødvendig med strenge reglar for innreise til Noreg. Sidan mars 2020 har politiet, med hjelp frå tolletaten og Forsvaret, gjennomført kontroll på grensa for å handheve innreiserestriksjonar og smittevernreglar. Reglane har vore blant dei strengaste i Europa og har gjort sitt til å halde smittenivået nede. Etter vinteren har reglane gradvis blitt mjuka opp, i takt med at befolkninga er blitt vaksinert. Det har vore sett i verk omfattande mellombelse finanspolitiske tiltak i møte med krisa. I tillegg sette Noregs Bank styringsrenta ned til null. Det har bidrege til at næringslivet har kome seg gjennom krisa, og til den sterke aktivitetsveksten vi no opplever. Det har òg vore omfattande tiltak retta mot kultur og frivilligheit. Verdiskapinga i norsk økonomi har auka markert det siste året. Ved utgangen av august var 2,7 pst. av arbeidsstyrken registrert som heilt ledige hos Nav. Det er om lag 10 000 fleire personar enn før pandemien. Ved utgangen av august var det samla sett registrert 140 200 arbeidssøkjarar, det vil seie summen av heilt ledige, delvis ledige og personar på tiltak, hos Nav. Pandemien har slått ulikt ut, både for næringar og personar. Samla sett står dei næringane som har vore hardast ramma, for 10 pst. av fastlands-BNP og rundt ein seksdel av samla Aktiviteten i desse næringane var 20 pst. lågare i juli 2021 enn i februar 2020. Dei andre 90 pst. av norsk økonomi hadde henta igjen det tapte allereie før sommaren, med ein vekst på 2,1 pst. frå februar 2020 til juli 2021. Norsk økonomi er inne i ei rask opphenting, m.a. driven av vekst i det private forbruket. Samtidig har krona halde seg relativt svak, særleg målt mot euro. Det legg til rette for auka aktivitet for eksportretta næringsliv når etterspurnaden tek seg opp igjen. Gjeldsveksten i hushalda har auka litt sidan sommaren i fjor, etter å ha minka dei tre tidlegare åra. Regjeringa har sett i verk tiltak for ei meir berekraftig utvikling i gjelda til hushalda. Verdien av Statens pensjonsfond utland har stige kraftig dei siste åra og har no kome opp i nær 12 000 mrd. kr. Utanrikspolitikken har vore prega av den internasjonale pandemihandteringa, styrkt samarbeid med USA, NATO og Europa, Noregs medlemskap i FNs tryggingsråd og arbeidet med å nå berekraftsmåla innan Gjennom arbeidet i Tryggingsrådet fremjar vi norske interesser, respekt for og etterleving av folkeretten, og dessutan ein regelstyrt multilateral verdsorden og internasjonalt forpliktande samarbeid. I europapolitikken arbeider regjeringa for at EØS-avtalen skal halde fram med å vere ei velfungerande ramme for Noregs samarbeid med EU. Samarbeid om Europas grøne giv bidreg til omstilling og skaper moglegheiter for norsk næringsliv. Inngåinga av frihandelsavtalen med Storbritannia hadde mykje å seie for norsk verdiskaping og arbeidsplassar. I april underteikna regjeringa ein tilleggsavtale om forsvarssamarbeid med USA for å styrkje samarbeidet i ramma av NATO. Regjeringa har lagt fram ein ny langtidsplan for forsvarssektoren. I den vedtekne langtidsplanen har regjeringa prioritert ei ytterlegare styrking av Forsvaret og sett i verk ei rekkje tiltak for å styrkje forsvarsevna. Etter 20 års militært engasjement i Afghanistan har forsvarspersonellet returnert til Noreg, og det militære oppdraget er avslutta. Over tid har Forsvarets innsats i Afghanistan hausta mange lovord frå allierte og partnarar, og dette har blitt forsterka etter den krevjande evakueringa frå Kabul nyleg. Regjeringa har lagt stor vekt på arbeidet med beredskap i dei ti åra som har gått sidan terroren 22. juli 2011, og alle tilrådingane frå Gjørv-kommisjonen er følgde opp. Gjennomføringa av politireforma har styrkt kvaliteten på arbeidet til politiet og gjeve meir einskaplege tenester. Målet om to politifolk per 1 000 innbyggjarar er nådd. Dei nasjonale krava til responstid i alle tre tettstadskategoriar vart nådde i 2020, for første gong sidan målingane starta i 2015. I november i fjor opna Politiets nasjonale beredskapssenter. For å styrkje evna til å førebyggje og handtere terror har regjeringa utvikla ein kontraterrorstrategi. For mange arbeidssøkjarar er kompetanseheving nødvendig for å kome i arbeid. Med eit nytt dagpengeregelverk frå 1. oktober i år vil det bli enklare å kombinere dagpengar med utdanning og opplæring. Det er særleg lagt til rette for at fleire kan fullføre fag- og yrkesopplæring. Regjeringa sin strategi mot arbeidslivskriminalitet vart oppdatert i februar. Etter forslag frå regjeringa har Stortinget vedteke lovendringar om oppheving av plikta til å fråtre stillinga ved ei lågare aldersgrense enn den alminnelege aldersgrensa. Å gje eldre arbeidstakarar ei moglegheit til å halde fram i jobb dersom dei ønskjer det, er bra både for kvar enkelt og for samfunnet. I juni la regjeringa fram Meld. St. 32 for 2020–2021, Ingen utenfor – en helhetlig politikk for å inkludere flere i arbeids- og Regjeringa sette i 2018 ned eit sysselsetjingsutval. Utvalet har overlevert to rapportar, med forslag til tiltak for auka inntektssikring og auka sysselsetjing. Regjeringa arbeider med å vurdere forslaga frå utvalet i lys av høyringa. I fjor haust tok skulane i bruk dei nye læreplanane som er utvikla gjennom fagfornyinga. Utdanningsløftet vart innført i møte med pandemien og er vidareført i Dette inneber ei betydeleg satsing på kompetanse og auka kapasitet i vidaregåande opplæring. Det har òg gjeve ein historisk vekst i talet på studieplassar i fagskular, universitet og høgskular. Ny integreringslov vart innført frå 1. januar i år. Lova legg vekt på differensiering av introduksjonsprogrammet for kvar enkelt. Tolkelova vart fremja for og vedteken av Stortinget i vår. Lova gjer det tydeleg kva for ansvar offentlege organ har når det gjeld å bruke tolk. Regjeringa har lagt fram ei likeverdsreform som skal gjere kvardagen enklare for barn som har behov for samansette tenester, og familiane deira. Frå 1. september vart barnetrygda for barn under seks år auka med 3 600 kr i året. har dermed auka med 8 200 kr sidan 2018 for denne aldersgruppa. Eingongsstønaden ved fødsel har blitt heva vesentleg dei siste åra. Ytinga har auka frå litt over 35 000 kr i 2013 til over 90 000 kr i Etter forslag frå regjeringa vedtok Stortinget i juni ny barnevernslov som skal styrkje rettstryggleiken for barn og foreldre. Regjeringa har nedsett barnevernsutvalet, som skal vurdere korleis barnevernet kan sørgje for betre kvalitet og rettstryggleik i dei mest alvorlege og samansette sakene. Det er viktig at alle land aukar klimaambisjonane, slik at Noreg melde inn eit forsterka mål for 2030 til FN allereie i 2020 om å redusere utsleppa med minst 50 og opp mot 55 pst. I 2050 skal utsleppa reduserast med 90–95 pst. Måla er no lovfesta. I januar la regjeringa fram ei melding til Stortinget med ein klimaplan for 2021–2030. Den viser korleis Noreg skal oppfylle klimamålet for 2030 og samtidig skape grøn vekst. I juni la regjeringa fram ei stortingsmelding om langsiktig verdiskaping frå norske energiressursar. Nye næringar, som hydrogen og havvind, styrking av straumnettet og ei framtidsretta olje- og gassnæring med låge utslepp skal bidra til vidare verdiskaping. Meldinga inneheld òg ein strategi for smart og effektiv elektrifisering av Noreg og eit vegkart for hydrogen. Stortinget gav i fjor si tilslutning til Langskip, det norske prosjektet for fangst og lagring av CO 2 . Bygginga har starta, og det er internasjonal interesse for å bruke det norske Det tragiske kvikkleireskredet i Gjerdrum rett før nyttår kravde ti menneskeliv og gjorde store materielle skadar. Det er løyvd ressursar til sikring og opprydding etter hendinga. Eit regjeringsoppnemnt utval undersøkjer årsaker til kvikkleireskred og vurderer førebyggjande tiltak mot kvikkleireskred i heile landet. Regjeringa la i november 2020 fram ei stortingsmelding som presenterer regjeringa sin strategi for trygg nedbygging av norske atomanlegg og handtering av nasjonalt radioaktivt avfall. Regjeringa har lagt fram ei stortingsmelding om maritim næring med særleg vekt på å fremje klima- og miljøvennleg skipsfart, digitalisering av maritim sektor og norsk Regjeringa har lagt fram ei melding til Stortinget om berekraftsmåla, med ein handlingsplan som viser korleis heile samfunnet skal engasjerast for at vi skal nå måla innan 2030. Stortinget behandla distriktsmeldinga hausten 2020. Tre distriktspolitiske strategiar skal bidra til vekstkraft, likeverdige tenester, berekraftig utvikling og attraktive bu- og arbeidsregionar over heile landet. Stortingsmeldinga om vår felles digitale grunnmur gjev retning for utvikling av mobil-, breibands- og internettenester, som er fundamentet for digitalisering i alle sektorar. Aktiviteten innanfor bygging og vedlikehald av veg og jernbane er framleis høg, og arbeidet med jernbanereforma held fram. Det er i 2021 sett i gang konkurranse om drift og vedlikehald av jernbanenettet. Regjeringa sitt forslag til ny lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett vart vedteke av Stortinget og tredde i kraft i år. Lova skal sikre effektiv, forsvarleg og open forvaltning. Årets jordbruksoppgjer enda i brot då jordbruksorganisasjonane Regjeringa gjekk difor til Stortinget med eit forslag basert på tilbodet frå staten.

Deres Majesteter, Deres Kongelige Høyhet, medrepresentanter! Åpningen av det 166. storting markerer starten på en ny stortingsperiode. I år er det en omstart på mer enn én måte. Stortingsvalg betyr alltid skifte av representanter. I år kan vi ønske 48 nye stortingsrepresentanter velkommen. Kvinneandelen er i år høyere enn noen gang. enda litt nærmere 50 pst. Det er på tide i det året vi markerer at det er 100 år siden Karen Platou som første kvinne ble valgt til fast stortingsplass. Noen i salen kommer nok også til å forlate oss for å ta plass i Hans Majestets Råd om ikke lenge. Samtidig har denne høsten kommet med en nærmest vårlig følelse av lysning og frihet. Her inne er pleksiglassene fjernet, utenfor er samfunnet gjenåpnet. Folk samles igjen til alle livets gleder, oppgaver og sorger. Vi har tro på at pandemien er på hell. Verdenssamfunnet har vært satt på en stor prøve – politisk, økonomisk, sosialt og verdimessig. Gjenåpning og – på noen områder – gjenreising kommer til å prege også vårt arbeid i ukene og månedene som kommer. Det samme vil behovet for å høste lærdommer gjøre. Vi har blitt minnet om at en nedstenging av samfunnet, strenge restriksjoner på innbyggernes frihet og behov for kontinuerlig krisehåndtering stiller store krav til samfunnsfellesskapet, oss politikere og oss alle, som samfunnsborgere. Ingen visste at vi skulle gå en pandemi i møte da vi tok fatt på forrige stortingsperiode. På samme måte vet vi ikke hva den kommende perioden vil medføre, men vi kan ta for gitt at vi vil stå overfor nye ukjente utfordringer, og at det vil vokse fram nye måter å forstå verden på gjennom de fire årene som ligger foran oss. Vi vil måtte finne nye løsninger, ny forståelse og nye veier og samtidig måtte forsvare demokratiets grunnprinsipper hver eneste dag. Demokrati og beskyttelse av mangfold, åpenhet og frihet er ikke alltid den enkleste veien, men det er den rette veien. Rom for uenighet og fredelig ivaretakelse av mangfold er forutsetninger for demokratiet. Forvaltningen av dette er blant de oppgavene som hviler på oss som tar fatt på arbeidet i det 166. storting i dag. Blant mye annet krever dette at vi har vilje og evne til et anstendig, respektfullt og saklig ordskifte. I stortingssalen reguleres vi av forretningsordenen og presidentklubben. Utenfor Stortinget er vi friere, men ikke uten ansvar når vi ytrer oss om hverandre. La oss huske dette ansvaret enten vi ytrer oss skriftlig eller muntlig. er rettet mot Stortinget fordi det arbeidet vi sammen skal gjøre her, er viktig. Vårt virke angår livet til alle som bor i Norge. Oppmerksomheten er rettet mot politikken, debatten og beslutningene og hvordan vi forvalter våre verv. Slik skal det være. Årvåkenhet, gransking og kritisk bevissthet omkring oss er nødvendig fordi Stortinget er folkestyrets Veien fra valget av Platou i 1921 til likeverdig representasjon for kvinner og menn har vært lang. Representasjon av hele folket – kvinner og menn, eldre og yngre, ulike distrikter og ulike bakgrunner – er sentralt for folkestyret. Vi er alle sammen folkets representanter. Den oppgaven må vi beholde blikket for gjennom hele vår stortingstid. Vi forvalter velgernes tillit. Vi må også forvalte deres meninger, verdier og behov. Mangfoldet må være til stede i vårt arbeid. Stortinget er igjen samlet til ansvarsfull gjerning. Vi møtes i visshet om de store oppgavene som ligger foran oss, og det ansvaret vi har påtatt oss. Med disse ordene reiser vi oss og utbringer sammen det gamle ønsket: Gud bevare Kongen og

Presidenten vil foreslå at Hans Majestet Kongens tale og beretningen om rikets tilstand og bestyrelse legges ut for behandling i et senere møte. – Det anses vedtatt.